til bolig og fritidsbolig. Men sånn som forslaget her er, er ikke håndverks- og serviceoppdrag operasjonelt for å kunne bli praktisert. Jeg vil bruke mine siste minutter til det som står fra Høyre og Venstre i innstillinga. Der skriver de at de merker seg også at statsråden i brev til komiteen peker på et gunstigere skatteregime ved salg av bolig i Norge enn i Sverige. En innføring av ROT/RUT-fradrag vil måtte kombineres med innføring av gevinstbeskatning ved salg av bolig for ikke å øke asymmetrien i beskatningen av bolig». Det er veldig interessant! For første gang påpeker Høyre asymmetrien på en slik måte at man ikke ønsker å øke den. Det er svært interessant. Jeg ber om at pressen merker seg det poenget. Det står videre: «Disse medlemmer ser ikke dette som aktuelt eller interessant», – altså at en skal forbedre dette. Og de sier: « disse medlemmer ser det som viktig at man heller ikke skaper nye, sterke skatteinsentiver som vil øke investeringsnivået ytterligere.» Det er svært interessant! Endelig kan vi kanskje få en diskusjon om og de store svakheter som ligger i den. Det er i dag utrolig kostbart for folk som har dårlig råd, og som må leie sin bolig. Det burde man ha gjort noe med. Det bør være gunstig å bo i sin egen bolig og ikke så gunstig å investere i andres Det kommer neppe som en overraskelse på noen når jeg sier at Venstre ønsker en omlegging av skattesystemet i mer miljøvennlig retning. Vi vil at det skal lønne seg å opptre miljøvennlig, også stimulert gjennom skatte- og avgiftssystemet. Det bør skje gjennom et bredt spekter av virkemidler, både gjennom økte miljøavgifter, egne miljøkriterier når det gjelder f.eks. SkatteFUNN, gjennom avskrivningsreglene og gjennom direkte skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i egen bolig – slik det er foreslått i et av de to representantforslagene vi nå behandler. Begge forslagene vi behandler, har vært til debatt og behandling tidligere. Når det gjelder forslaget om å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig, har Venstre foreslått varianter av dette i flere av våre alternative statsbudsjetter. Vi gjentar også dette når vi på fredag behandler revidert nasjonalbudsjett. Jeg registrerer at finansministeren mener at forslaget om en skattelette for energieffektiviseringstiltak vil «innebære avgrensningsproblemer og by på administrative utfordringer», og må derfor i tilfelle utredes. Samtidig skriver finansministeren: «En ordning med fradrag for energibesparende tiltak vil isolert sett kunne ha positive virkninger.» Venstre mener den ikke bare kunne ha positive miljømessige virkninger, den vil ha positive miljømessige virkninger. Derfor er det fornuftig å innføre ordningen. Det er ikke så veldig komplisert. For hva er det vi snakker om? Jo, en rett til et fradrag på inntil 50 000 kr til tiltak som f.eks. bytte av gamle trekkfulle vinduer, etterisolering av tak og vegger og/eller installering av varmepumpe eller lignende. Det er ikke spesielt komplisert og ikke veldig vanskelig å avgrense eller beregne kostnader for. I vårt alternativ til revidert budsjett har Venstre lagt til grunn at inntil 10 000 personer gjør slike utbedringer i andre halvdel av 2012, med et gjennomsnittlig fradrag på 40 000 kr. Vi har således foreslått bevilgningsendringer i tråd med dette. Jeg har tidligere registrert at Senterpartiets leder har tatt til orde for en tilsvarende ordning. Når det gjelder den norske utgaven av de svenske RUT- og ROT-ordningene, som det andre representantforslaget tar til orde for, mener Venstre at dette er svært lite Norsk økonomi, og ikke minst norsk arbeidsmarked, er i en helt annen situasjon enn Sverige var i da disse ordningene ble innført. Dette er ordninger som først og fremst er ment for å stimulere sysselsetting og dermed gi dynamiske effekter, som mer i skatteinntekter og mindre utgifter knyttet til stønadsordninger. Det norske arbeidsmarkedet er som kjent – og heldigvis – preget av svært lav arbeidsledighet. Tilsvarende ordninger i Norge ville derfor ikke medført den samme utelukkende vært en skattelette. Venstre er ikke imot skattelette, men vil heller bruke de samme pengene til bl.a. å øke minstefradraget for alle og ikke først og fremst for dem som tar seg råd til, eller har råd til, vaskehjelp eller å pusse opp egen bolig. Med referanse til den debatten vi hadde i går, om prisdannelser i boligmarkedet, er det er åpenbart at disse forslagene ytterligere vil bidra til økte priser på boliger. Jeg deler også finansministerens vurdering av effekten av disse forslagene på svart arbeid: «En effekt som for øvrig synes overvurdert.» Dette synet deles også av det svenske uavhengige finanspolitiske rådet, som i sine årsrapporter de siste årene har vektlagt at spesielt ROT-fradrag, eller fradrag for håndverkstjenester, som er det fradraget som koster mange millioner kroner i året, neppe bidrar til noe særlig samfunnsøkonomisk effektivitet

en slags gyllen regel når det gjelder skattesystemet, og det er å legge til rette for brede skattegrunnlag og lave satser. Det betyr at man bør ha færrest mulige fradrag, og man bør ha et skattesystem som er robust på den måten. Derfor er jeg både skeptisk til og imot ønske om skattefradrag – for det meste – på ulike områder. Det er viktig å holde fast ved grunnstolpen. Det andre, som flere talere har vært inne på, er at det er viktig å ivareta symmetrien i skattesystemet, for det er der man skal innrømmes utgifter, bør det også være inntekter. Det er vel nå sju år siden man avskaffet inntekt på egen bolig. Det er viktig å ha dette med seg. Jeg er glad for at Høyre så sterkt understreker akkurat det. Så er det også slik, som det har vært påpekt, at et forslag om nye fradragsordninger innenfor ROT og RUT har en dårlig fordelingseffekt, for det belønner dem som har mest fra før. Det svenske forslaget var i sin tid begrunnet ut fra forholdene i det svenske arbeidsmarkedet. Det var et sysselsettingstiltak. Det er annerledes i Norge, noe saksordføreren også var inne på. Det er høy hastighet i byggebransjen. Det er betydelig press i deler av byggebransjen. byggebransjen. Dersom det var slik at det var frie ressurser til rådighet i byggebransjen, og man skulle bruke det på boligformål, ville jeg foretrekke at det ble brukt til å bygge nye boliger, for å minke gapet mellom tilbud på og etterspørsel etter boliger. Et annet poeng er at hvis man ser på nordmenns boligkonsum, er vi helt i toppen når det gjelder vedlikehold, oppussing og bruk av inntekten vår på bolig.

Vi har opplevd – og opplever, selv om det har flatet litt ut den siste måneden – en sterk stigning i boligprisene. Det å innføre ytterligere skattefradrag i den sektoren vil gi en impuls til ytterligere stigning i boligprisene. Det vil gå på tvers av ønsket mange i denne salen har, om å dempe prispresset. Så er det også riktig, som representanten Lundteigen påpeker, at investeringer i egen bolig allerede har en gunstig beskatning ut fra en ønsket politikk om at det skal være slik på dette området, f.eks. at man har en lav formuesverdi på det man kaller primærboligen. Jeg tror det er viktig å se dette forslaget i det lyset. Når det

satsing på barnehager, og at det er fradragsmuligheter for legitimerte utgifter til pass og stell av unger. Når det gjelder forslaget om å skattestimulere energiinvesteringer, vil jeg vise til det som saksordføreren sa. Her vil jeg foretrekke at man bruker den etablerte ordningen gjennom Enova. Hvis man i tillegg skulle få en skattestimulert ordning, får man på en måte dobbelt stimuli. stimuli. For øvrig er det slik, med referanse til representanten Kambe, at jeg faktisk har investert i grunnvarmeanlegg, ut fra at jeg synes det var fornuftig, selv om det kostet ganske mye. Men det kom noen kroner fra Enova på slutten av dagen, for å si det slik. Det åpnes for replikkordskifte.
vil takka statsråden for at han endeleg kom inn på litt anna enn berre hus og heim. Arbeidsforholda er òg veldig viktige i ein debatt om dette forslaget. Mitt spørsmål til statsråden er: Ser statsråden noko positivt i forslaget når det gjeld å få bukt med svart arbeid og dårlege arbeidsforhold, og kan han koma med gode tiltak? gode tiltak? Jeg er en veldig sterk tilhenger av et anstendig arbeidsliv. Det betyr at enten du er ansatt i en bedrift, eller du er ansatt til å utføre oppgaver i et hjem på hvite vilkår – for å bruke det uttrykket – skal du ha anstendige arbeidsvilkår og en anstendig lønn. Det er viktig. Man er jo gitt muligheten gjennom f.eks. sjablongfradrag for Det er viktig. Man er jo gitt muligheten gjennom f.eks. sjablongfradrag for å få utført tilfeldige oppdrag i hjemmet. Jeg mener det er veien å gå. De fleste av oss bør se at det på mange måter er en stor risiko forbundet med svart arbeid, f.eks gjør det å bruke håndverkere som du betaler svart, at du stiller dårligere hvis du skulle få en forsikringssak som resultat av dårlig arbeid. Så det er mange positive sider ved å ansette folk og betale dem hvitt – enten det er her eller der. Felles for noen av de forslagene som er Felles for noen av de forslagene som er fremmet i dag, er bekymringen for svart arbeid i byggebransjen. Den er ganske stor. Et av forslagene som Høyre fremmer i dag – og som egentlig regjeringen tar ned i revidert budsjett som vi skal behandle på fredag – er et forslag som Sverige har innført, om snudd moms. Nå tilbakeviser muligens fagfolk i Sverige at nedgangen i svart arbeid ikke skyldes ROT- og RUT-fradraget, men det kan hende at det skyldes innføringen av snudd moms, at det er der effekten har vært. Regjeringen i Norge har sagt at de ikke ønsker å fokusere på dette; det står på de fem siste sidene i revidert nasjonalbudsjett. Er statsråden positiv til å se på snudd moms i en bredere sammenheng enn kun noen sider i revidert nasjonalbudsjett? Det har jo blitt rettet spesielle tiltak inn mot byggebransjen gjennom flere år for å ta tak i det som en har sett tendenser til, altså svart arbeid, momsunndragelser, og det gjelder for så vidt også andre bransjer. Dette har en gjort gjennom kontroll, kontroll, bokettersyn m.m. Momssystemet er viktig. Når det gjelder den smale diskusjonen om snudd moms, viser jeg til revidert nasjonalbudsjett. Men vi vil alltid fra regjeringens side kunne ta imot gode forslag som dreier seg om å forbedre momssystemet og den rollen som momssystemet skal ha, både når det gjelder å skaffe fellesskapet store inntekter, men også når det gjelder å bidra til at næringsvirksomhet foregår på en god og og lovmessig riktig måte. Det siste statsråd Johnsen sa i innlegget sitt, var at han hadde erstattet oljefyrt vannbåren varme – kanskje – med jordvarme, og det er fornuftig. Ifølge klimaforliket skal det etter hvert bli forbudt med oljefyring, det skal etter hvert bli forbudt med oljefyring, det skal fases ut. Da er det jo mange husstander, og bransjen, som nå venter på å få vite når tiltakene kommer. Det er to logiske innfasinger her, og det ene spørsmålet er: Vil man få en konkretisering av en opptrappingsplan med hensyn til Enova-midler, når det gjelder hva som skal til for å skifte ut f.eks. en oljefyr? Og vil det komme i forbindelse med boligmeldingen, som ryktene sier vil komme på fredag eller neste uke, eller neste uke, eller må man vente helt til statsbudsjettet for 2013? Når det gjelder operasjonalisering – for å bruke det uttrykket – av klimameldingen og det klimaforliket som ble diskutert i Stortinget sist mandag: Dette kommer vi til etter hvert. Det betyr at de naturlige steder for å følge opp ting som har bevilgningsmessige konsekvenser, er jo i de årlige

da også fjerner mye – som også ble omtalt her – som sosial dumping. Jeg vil gjerne ha en forklaring på hvorfor man tror dette ikke vil skje i Norge, når man ser på erfaringene fra andre land, og de fleste kjenner noen som bruker en hushjelp som de ikke betaler hvitt. Jeg skal ikke utelukke at det kunne ha en effekt hvis en innførte en svensk ordning. Men som det er referert til fra svenske undersøkelser, er betydningen av dette skattefradraget betydelig overdrevet. Jeg har mer tro på at en appellerer til at det er anstendige og gode arbeidsgivere innenfor denne bransjen. Det er punkt én. Punkt to er at hvis en ønsker å utvide ordningen på dette området, bør en heller se på de sjablongregler som er i dag, for hjelp til «enkle oppdrag i heimen», for å bruke det uttrykket.

men mine egne erfaringer som daglig leder og styreleder i et lite firma – riktignok for mange år siden, men jeg kjenner fortsatt mange som driver i den bransjen – er at det er veldig mye svart arbeid, spesielt når det gjelder renholdstjenester. Statsråden henviser til Sverige: Ok, vi kan godt la Sverige være en egen del, men det er uten tvil mye svart arbeid innen akkurat det området i Norge, og det ser ikke ut til å bli noen vesentlig bedring på det en forklaring. Jeg vil fortsatt holde fast ved at for enkle oppgaver i hjemmet er veien å gå å se på om sjablongreglene er gode nok. På den andre siden er det, som jeg også sa i stad, bedre å appellere til arbeidsgivere og folk og andre om at en skal ha anstendige og gode vilkår. Det tredje jeg ville vise til, som jeg tror er viktig, og som har skjedd i løpet av de siste årene, er at en har hatt en betydelig satsing på utbygging av barnehager, noe som åpenbart har hatt virkning, i den forstand at det er full barnehagedekning, og en har fradrag for pass og stell av barn. Så jeg tror det har skjedd mye i retning av at forholdene er blitt annerledes enn de var for noen år siden. Men det er ingen grunn til å lukke øynene for at det også i Norge er betydelige innslag av svart arbeid, som vi må bekjempe på ulike måter. Men jeg tror ikke at nye skattefradrag er den beste Replikkordskiftet er dermed avsluttet Jo, vi pussar opp for millionar i dette landet – vel og bra. Men eg trur at det som skjer då, er at ein pressar fram ein større svart marknad fordi ein ikkje klarar å dekkja behova. Då står vi på staden kvil. Regjeringa vil med andre ord ha ei sovepute i staden, vi får berre godta ein svart

Statsråden svara på dette med at no er det full barnehagedekning, og at det ville løysa det meste. Det trur ikkje eg. Det er mange i dette landet som ikkje har barn i barnehage, og dei som har det, jobbar full tid begge to. Dei skal få tid til alt, dei kjøper fleire og fleire tenester. Dermed blir det òg ein større svart marknad. Men som den gode FrP-aren eg er, veit eg at det går ei tid, og så blir dette forslaget vedteke av nokre andre. Det

sto her og

synet

Stortinget går da til votering. Under debatten er det satt fram åtte forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Gjermund Hagesæter på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 3, fra Gjermund Hagesæter på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre